24. juli 2017 døde tidligere stortingsrepresentant og stortingspresident Jørgen Hårek Kosmo fra Fauske og Horten, 69 år gammel. Han representerte Arbeiderpartiet og Vestfold i fem perioder, fra 1985 til 2005. I løpet av denne tiden var han bl.a. leder av justiskomiteen og av kontroll- og konstitusjonskomiteen. I den siste perioden, fra 2001 til 2005, var han Stortingets president. Han var forsvarsminister fra 1993 til 1997, i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering og i Thorbjørn Jaglands regjering, og arbeids- og administrasjonsminister i Jens Stoltenbergs første regjering, fra 2000 til 2001. I sine ulike verv opptrådte Jørgen Kosmo alltid som en tydelig politisk leder. Jørgen hadde en særegen evne til å utforme politiske løsninger som det var mulig å mønstre flertall for. I 2005 utnevnte Stortinget ham til ny riksrevisor. Riksrevisjonen som institusjon fikk et løft gjennom de åtte årene Kosmo satt ved roret. Utad var han tydelig i sin formidling av rapportenes konklusjoner, til tider krass i kritikken, og han levnet ingen tvil om sin upartiskhet. Innad ble han høyt verdsatt som en faglig dyktig, raus og inspirerende leder. Jørgen Kosmo var forskalingssnekkeren fra Fauske som ble en av Arbeiderpartiets fremste tillitsmenn gjennom en mannsalder, og som bekledde flere av landets høyeste embeter. Som politiker var han kjennetegnet av sin allsidighet, sitt brede engasjement og sin folkelighet. Det blir sagt at han var en mann med interesse for, og innsikt i, nær sagt alt – noe som kom til nytte, enten det var i lokalpolitikken, i rikspolitikken, på Stortinget eller i Han blir også omtalt som en klok og løsningsorientert politiker, en som ga gode råd, var lett å snakke med og en man alltid kunne stole på. Gjennom hele sitt liv beholdt Kosmo en nordlandsk friskhet i språk og lynne. I folket vil mange med varme minnes en ujålete politiker – mannen med barten, rullingsen. I Arbeiderpartiet nøt han stor respekt, noe han også gjorde på tvers av partiene. Han var raus med sine kolleger, alltid tilgjengelig for å dele sine erfaringer. Og alle fikk ta del i hans lune og tidvis barske humor. I dag minnes vi en helstøpt tillitsmann som aldri sviktet sine røtter som tømrer, og som var i arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen gjennom hele sitt liv. Vi lyser fred over Jørgen Kosmos minne.

Representantene Anette Trettebergstuen , Peter Frølich og Liv Signe Navarsete , som har vært permitterte, har igjen tatt sete. Representanten Liv Signe Navarsete vil

På vegner av representantane Trygve Slagsvold Vedum, Knut Arild Hareide, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Willfred Nordlund, Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og meg sjølv har eg æra av å leggje fram eit forslag om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytte til nedlegginga av Andøya flystasjon. Representanten Nicholas Wilkinson vil fremsette et representantforslag. På vegne av representanten Solfrid Lerbrekk og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning. Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.
På vegne av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken og meg sjøl vil jeg framsette forslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan fram til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S for 2017–2018. Jeg ber om at saken blir behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c. Representanten Eirik Sivertsen vil fremsette et representantforslag. På vegne av representantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Jonas Gahr Støre og meg selv vil jeg sette fram forslag om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Fra statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 27. oktober 2017: blant statssekretærer Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. oktober 2017 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak: Statssekretær Frode Hestnes gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsminister Erna Solberg. Statssekretær Ronny Berg gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Per Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Reynir Jóhannesson gis med virkning fra 3. november 2017 avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim utnevnes til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet. Managing associate Tommy Skjervold utnevnes med virkning fra 6. november 2017 til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet. Reiselivssjef Line Miriam Sandberg utnevnes med virkning fra 10. november 2017 til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.» Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt. Presidenten vil opplyse om at finanskomiteen har sendt brev til presidentskapet med anmodning om utsettelse av fristene for budsjettbehandlingen, slik de er omtalt i forretningsordenens § 43. Presidenen vil derfor foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 43 tredje ledd om at finanskomiteen senest 20. november skal avgi innstilling om Dette medfører at finansinnstillingen avgis 30. november, og at finansdebatten holdes 4. desember. Som en konsekvens av dette vil det ikke være mulig for Stortinget å behandle fagkomiteenes budsjettinnstillinger innen fristen den 15. desember. Presidenten vil derfor også foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 43 sjette ledd om at fagkomiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet senest 15. desember. Ber noen om ordet?
Med unntak av høsten 2014 blir dette nok en høst hvor man fraviker etablerte regler for behandling av budsjett. Jeg anerkjenner at finanskomiteens leder i forkant av behandlingen har varslet presidentskapet om at man ønsker å fravike forretningsordenen, og det heter: Det er ikke realistisk å avgi Jeg vil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV si at vi er mot dette forslaget. Vi mener at det gir vanskeligere arbeidsforhold for Stortinget og komiteene for å rekke å bli ferdig på en skikkelig måte. Jeg mener at da vi behandlet forretningsordenen og Stortingets regelverk i vårsesjonen for å oppdatere det med tanke på Stortingets arbeidsmåte, man heller gått inn for å endre forretningsordenens § 43 enn at vi hvert år skal ha utsettelser som kommer på tampen. Så på vegne av disse tre partiene vil jeg markere uenighet og motstand mot dette forslaget. Årsaken til at det er

bedt om utsettelse nå, er nettopp for å unngå at det kommer forsinkelser på tampen, som representanten Gahr Støre uttrykte det. Jeg synes det er ryddig – når vi ser at den tidsfristen som ble satt, ikke er mulig og realistisk å overholde – at vi varsler Stortinget allerede nå, slik at fagkomiteene kan legge opp et forsvarlig løp. Med en utvidelse av sesjonen med fem dager, slik presidentskapet har innstilt på, vil alle fagkomiteene få et forsvarlig behandlingsopplegg som det er mulig å forholde seg til. Særlig når vi kan planlegge dette nå, mener jeg at det er fornuftig. Jeg er enig med representanten Gahr Støre i at det er grunn til å se på om forretningsordenen bør endres, men virkeligheten i år er at hvis vi skulle følge forretningsordenen, ville det være avsatt seks dager til budsjettforhandlinger. Det tror jeg alle forstår er urealistisk. Da synes jeg det er ryddig å varsle Stortinget om det allerede nå, og jeg er glad for at presidentskapet har innstilt på en utsettelse.
Jeg vil bare anbefale Kristelig Folkepartis representanter om å støtte presidentskapets innstilling, for måten det er lagt opp på, synes jeg er ekstremt krevende for Stortingets arbeid når det gjelder å få en god prosess rundt budsjettet. Vi i Kristelig Folkeparti la fram vårt alternative budsjett på torsdag. Siste høring i komiteene var på fredag, så vi måtte legge fram budsjettet før høringene i komiteene var Det synes jeg er problematisk. Det beste hadde vært at vi hadde hatt gruppemøter i går, etter at høringene var avsluttet, og lagt fram budsjett kanskje i morgen eller onsdag. Å tro at forhandlingene og budsjettet skulle vært ferdig allerede til 12. november – en ville hatt tre–fire dager på det – er urealistisk, og jeg vil si at det er uansvarlig. Derfor vil jeg sterkt anmode om at en endrer prosessen. Langt på vei er prosessen her på huset lagt opp for en flertallsregjering. Det har vi ikke – det har vi ikke hatt. Når en ser på forhandlingene de siste årene, vet en at det synes jeg det er mye mer ryddig at en allerede nå varsler at finansdebatten ikke er mulig å gjennomføre den dagen som er satt. Da kan komiteene forberede seg, vite når debattdagene kommer, og da vil hele løpet være mer ryddig. Men jeg vil sterkt be om at presidentskapet ser på en endret prosess, og at høringene kommer tidligere. Da kan vi legge fram bedre alternative budsjett – og kanskje også tidligere – og kanskje få enda bedre tid til forhandlinger ved at finansdebatten kommer tidligere, og at en får bedre tid til de enkelte debattene i komiteene
For øvrig vil presidenten understreke at det er fristene for budsjettavgivelse vi snakker om – ikke utvidelse av sesjonen. Seksdagarsfristen som det var lagt opp til opphavleg, er ikkje berre urealistisk, som komitéleiaren seier, men det vil òg vera heilt uforsvarleg. Det trur eg òg dei andre opposisjonspartia, som ikkje har sagt seg villige til å gå inn i forhandlingar med regjeringspartia, eigentleg ser. Eit så stort og omfattande dokument og ei så viktig sak som landets statsbudsjett er for Stortinget, krev nødvendigvis tid. Sjølv om me fire som skal gå i gang med forhandlingar seinare i dag, skulle vera einige i prinsippet om nesten alt som vert lagt på bordet av krav frå Venstre treng me den tida, rett og slett til den nødvendige kvalitetssikringa som både Finansdepartementet og dei enkelte fagdepartementa bør gjera, slik at landet får eit statsbudsjett som er så godt kvalifisert som i det heile mogleg. Problemet frå min ståstad – eg har no erfaring med å sitja og forhandla om fire statsbudsjett – er ikkje den tida som me nødvendigvis treng i forhandlingsrommet, men forretningsordenen og/eller kalenderen, som ikkje har nok dagar til å vareta det behovet ein har med eit mindretalsregjeringsregime, når ein skal behandla eit så omfattande budsjett. Eg vil verkeleg anbefala presidentskapet å gå nokre rundar og diskutera korleis ein kan leggja opp til ein forretningsorden og ei saksbehandling om som gjer at ein slepp denne seremonien kvar haust, der ein må senda ein formell søknad om avvik frå forretningsordenen. Eg vil verta overraska om ikkje dei andre opposisjonspartia, med Arbeidarpartiet som forsamlingas største opposisjonsparti, eigentleg er einige i ei slik tankerekkje og er opptekne av som varetek behovet statsbudsjettet har, framfor på ein måte å gjera eit poeng av at det handlar meir om spel frå dei som forhandlar, enn faktisk heilt nødvendig, ansvarleg arbeid i forhandlingsrommet. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at det blir votering over dette, så representantene bør ikke gå.
For ordens skyld har jeg lyst til å si at dagens budsjettordning ble vedtatt i 1997. Dagens budsjettordning er ikke lagt opp etter flertallsregjeringer. Vi hadde åtte år med mindretallsregjeringer fra 1997 til 2005, og i den perioden var det, med et enkelt unntak, ikke noe problem å holde de fristene som var satt i budsjettordningen. Det er i den siste perioden det har oppstått en situasjon det å be om unntak fra forretningsordenen nærmest har blitt hovedregelen, og det er det opposisjonspartiene i dag reagerer på. I vår hadde vi en gjennomgang av forretningsordenen, og det er merkverdig at de som i dag står og sier at forretningsordenen er problematisk, ikke i vår tok initiativ til å forandre forretningsordenen, for det er nettopp det en burde ha gjort dersom en mener at en ikke er i stand til å følge den forretningsordenen som Stortinget har hatt 1997, under vekslende regjeringer – og mange av dem mindretallsregjeringer. Jeg vil derfor oppfordre Senterpartiets stortingsgruppe til å stemme mot forslaget fra presidenten. Flere har ikke bedt om ordet. Etter at det var ringt til votering, uttalte Da er vi klar til å gå til votering. Presidenten har foreslått at forretningsordenens § 43 tredje og sjette ledd fravikes. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og er vi klar til å gå til votering.

Da er vi klar til å gå til votering. Presidenten har foreslått at forretningsordenens § 43 tredje og sjette ledd fravikes. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme mot forslaget. Tidsplanen for avgivelse og

Ingen har bedt om ordet. Stortingets presidentskap har lagt frem innstilling om endringer i Stortingets forretningsorden.

Endringene består dels av en klargjøring av reglene i § 13 om fagkomiteenes sammensetning, dels av korreksjoner av enkelte feil som oppsto i forbindelse med behandlingen av reglementskomiteens rapport våren 2017. Når det gjelder § 13 om fagkomiteenes sammensetning, foreslås hovedregel og unntak tydeliggjort. Hovedregelen er at alle partigrupper skal ha medlem i finanskomiteen og har rett til å ha medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Når det gjelder partigrupper som ikke er representert i alle komiteer, foreslås det tydeliggjort i § 13 at valgkomiteen, etter anmodning fra vedkommende gruppe, i særlige tilfeller kan gjøre unntak fra plikten til å være representert i finanskomiteen. For disse partigruppene kan valgkomiteen også samtykke til at enten finanskomiteens eller kontroll- og konstitusjonskomiteens medlem også er medlem av en annen fagkomité. Det foreslås også inntatt i § 13 at ingen kan være medlem av mer enn to komiteer. Jeg gjør til slutt oppmerksom på at en liten feil har sneket seg inn i innstillingen. På side 2 skal det stå: «På denne bakgrunn foreslår presidentskapet følgende utforming av § 13 tredje ledd». Flere har ikke bedt om ordet. Stortinget vedtok enstemmig 6. oktober i år å godkjenne alle de valgte representantenes fullmakter – så man kan ta det med ro. Dette på bakgrunn av tilrådningene fra fullmaktskomiteen i Innst. 1 S Stortinget vedtok enstemmig 6. oktober i år å godkjenne alle de valgte representantenes fullmakter – så man kan ta det med ro. Dette på bakgrunn av tilrådningene fra fullmaktskomiteen i Innst. 1 S for 2017–2018. Årsaken til at fullmaktskomiteen nå legger fram en ny innstilling til behandling, riksvalgstyret har oversendt vedtak i ytterligere to klagesaker som har kommet sent inn. De to klagene var framsatt overfor Kristiansand kommune innen klagefristen sju dager etter valgdagen, men de er blitt liggende i kommunen og først mottatt av riksvalgstyret den 11. oktober. I komiteens innstilling er det grundig redegjort for klagebehandlingen. Jeg vil derfor bare kort nevne at begge klagene gjelder Kristiansand kommunes valg av valglokaler. Klagerne mener de nye lokalene er dårligere egnet når det gjelder både adkomst og tilgjengelighet, parkering og trafikkmessige forhold, enn det de gamle var. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser i sin saksutredning for riksvalgstyret til at det ikke foreligger informasjon som tilsier at de aktuelle valglokalene ikke er egnede og tilgjengelige lokaler. Riksvalgstyret har på denne bakgrunn vedtatt at klagene ikke tas til følge. Komiteen har ingen merknader til riksvalgstyrets avgjørelse. Komiteen sier seg også enig med riksvalgstyrets påpekning av at det er uheldig at klagene har blitt liggende for lenge i kommunen. Komiteen ber derfor i innstillingen departementet om å innskjerpe klagereglene overfor kommunene, på egnet måte. La meg også rette en liten feil i innstillingen i komiteens merknader. Det står: «har blitt liggende i kommunene» . Det skal være «kommunen», siden det bare dreier seg om Kristiansand kommune. På denne bakgrunn foreslår fullmaktskomiteen at riksvalgstyrets avgjørelse i de to aktuelle klagesakene vedlegges protokollen. Flere har ikke bedt om ordet. Stortinget er klar til å gå til votering over sakene på dagens

Per

Arbeiderpartiet kan støtte forslaget om å hastebehandle Dokument 8:47, men før Stortinget tar stilling til realiteten i forslaget, er det nødvendig at både utenriksministeren og statsråden for integrering og innvandring kommer til Stortinget. Sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Rødt og har vi derfor i dag sendt et brev til de berørte statsråder der vi ber dem om å gi en redegjørelse i Stortinget før saken realitetsbehandles. Jeg ber presidentskapet om å legge til rette for at det kan skje raskt.

bare kort presisere at hvis Stortinget ønsker at de to statsrådene skal komme og redegjøre, vil Høyre selvfølgelig ikke motsette seg det. Ber flere om ordet til referatsak nr. 15? Så synes ikke. Det er dermed vedtatt. Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves?